meldingstekst i seg selv ikke nødvendigvis forbedrer kraftsituasjonen. Vi er nødt til å arbeide kontinuerlig for å prøve å minimere risikoen for å havne i den situasjonen som vi nå er i ferd med å havne i i deler av landet – dvs. økt produksjon og økt overføringskapasitet. Så er det heller ikke til å komme utenom at i et land som er vannskraftbasert, som vårt eget – og i nesten alle tilfeller er det et stort pre – som gir oss rikelig og rimelig tilgang på miljøvennlig energi, Så er det heller ikke til å komme utenom at i et land som er vannskraftbasert, som vårt eget – og i nesten alle tilfeller er det et stort pre – som gir oss rikelig og rimelig tilgang på miljøvennlig energi, vil det være sånn hvis det regner lite, snør lite, og hvis det kombineres med kulde over lang tid, vil det norske energisystemet møte utfordringer. Så det kommer til å være et kontinuerlig arbeid for meg i tiden som kommer. Og, som sagt, vi har konkret politikk på dette. Dette skal følges opp. Når energimeldingen blir

forsyningssikkerheten mer på alvor. Vi har tatt til orde for at statsråden bør ta initiativ på dette området. Mitt spørsmål er: Er dette tanker som statsråden vil tenke gjennom? Statsråden er ansvarlig for forsyningssikkerheten, og dette er en del av hans programerklæring. Kanskje er det på dette punktet statsråden til syvende og på dette punktet statsråden til syvende og siste vil bli målt – hvis vi har en for dårlig forsyningssikkerhet. Jeg må beklage at jeg ikke har fått anledning ennå til å sette meg inn i Kristelig Folkepartis forslag og tanker rundt tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten. Men på generell basis vil jeg si at jeg er opptatt av temaet forsyningssikkerhet, og alle gode forslag fra Kristelig Folkeparti vil selvsagt bli vurdert i lys av akkurat det. Så svaret mitt vil rett og slett være: Ja, vi vil se på de forslagene, og er vi for dem, så skal vi melde tilbake. Først vil jeg benytte anledningen til å ønske Ola Borten Moe velkommen som olje- og energiminister. «Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at Norges beste miljøtiltak er å bygge gasskraftverk i tilbake. Først vil jeg benytte anledningen til å ønske Ola Borten Moe velkommen som olje- og energiminister. «Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at Norges beste miljøtiltak er å bygge gasskraftverk i Norge. Dette vil bety mindre behov for kullkraft i andre land, ifølge IEA. Å erstatte kull med gass er fornuftig, i andre land, ifølge IEA. Å erstatte kull med gass er fornuftig, uttaler Nobuo Tanaka, IEAs toppsjef, og sier videre at norske gasskraftverk vil redusere CO2-utslippene globalt. Regjeringens holdning til norske gasskraftverk uten rensing er i motstrid til IEAs holdning. Vil statsråden vurdere å følge IEAs råd om tillatelse til bygging av gasskraftverk uten rensing fra dag én?» Aller først: Takk for gratulasjonen! gratulasjonen! Kravet om CO2-håndtering for nye gasskraftverk i Norge er fastlagt i Soria Moria II, og har bakgrunn i regjeringens målsetting om å bidra til å utvikle gode løsninger som både kan bidra til å dekke verdens energibehov og redusere utslippet av klimagasser. Internasjonalt står vi overfor to viktige trender: stor befolkningsvekst og stor økonomisk vekst. Begge medfører økt Dersom det økte energibehovet hovedsakelig skal dekkes av fossile energibærere, uten at det tas i bruk ny teknologi, vil dette resultere i en dramatisk vekst i de globale CO2-utslippene. Derfor trenger vi løsninger som møter etterspørselsutfordringen og klimautfordringen, samtidig. Dette er både et nasjonalt og et internasjonalt anliggende. Den norske satsingen på CO2-håndtering er således blant regjeringens viktigste enkeltprosjekt i klimapolitikken, og det pågår et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Arbeidet omfatter prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering. Meld. St. 9 for 2010–2011, Fullskala CO2-håndtering, redegjør for Målsettingen er at arbeidet skal få betydning både i Norge og internasjonalt. Det er et mål å utvikle og realisere fullskala CO2-håndtering på en måte som kan bidra til bred anvendelse av sånn teknologi innen kraftproduksjon og innen industrien. Regjeringen vil at Norge, som en stor energinasjon, bidrar til en renest mulig produksjon av energi. Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken. Når det gjelder nye gasskraftverk i Norge, følger det av Soria Moria II at regjeringen vil gi konsesjoner basert på CO2-håndtering fra oppstart. Den politikken ligger fast. Jeg takker statsråden for svaret, og ønsker å stille et tilleggsspørsmål. Miljøforliket fra 2008, som alle politiske partier på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, står bak, inneholder bl.a. et krav om CO2-reduksjon i Norge på ca. 17 mill. tonn innen 2020. De aller fleste som har arbeidet med CO2-problematikk, ser på denne reduksjonen innen 2020 som bortimot uoppnåelig. Mener statsråden at det er realistisk å redusere norske CO2-utslipp med 17 mill. tonn innen 2020, eller er han enig med Fremskrittspartiet i at det ville være mye bedre å ta en stor del av denne reduksjonen i Kina? Vi skal gjøre begge deler. Vi skal både ta utslippsreduksjoner nasjonalt og bidra til utslippsreduksjoner internasjonalt. Prosjektet på Mongstad er ett eksempel på det, men det er jo veldig mange andre. Og jeg er en av dem som håper veldig på at verden får på plass et system som gjør det mulig å håndtere den type mekanismer. Når det så gjelder spørsmålet om den norske klimapolitikken: Den ligger fast, i henhold til det brede forliket som er inngått mellom alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, og det kommer selvsagt til å være rettesnoren for både regjeringen og mitt arbeid i tiden som kommer. Jeg vil igjen takke statsråden for svaret. Alcoa, som er verdens største produsent av primæraluminium, ønsker å bygge et nytt aluminiumsverk i og mitt arbeid i tiden som kommer. Jeg vil igjen takke statsråden for svaret. Alcoa, som er verdens største produsent av primæraluminium, ønsker å bygge et nytt aluminiumsverk i Finnmark. Det kan gi 500 faste arbeidsplasser og ca. 200–300 arbeidsplasser til støttefunksjon. Både miljøvernministeren og Arbeiderpartiets parlamentariske leder har avslått prosjektet fordi energibæreren til aluminiumsproduksjonen er gass fra Snøhvitfeltet, som ikke kan renses fra dag

i Finnmark, med langsiktige investeringer og arbeidsplasser. De er imidlertid nødt til å gjøre det innenfor de samme rammevilkårene og de samme konsesjonene som all annen industri- og næringsvirksomhet i Norge. I det ligger det at de selvsagt er mer enn velkommen om de etablerer seg i Finnmark, men da basert på en energibærer som